om vi plasserte nokre hundre millionar av desse verdiane som delar av Statens pensjonsfond utland representerer, i infrastruktur her i landet – kva ville det ha gjort med konkurransekrafta til næringslivet vårt, kva ville det ha gjort i forhold til sysselsetjing, osv.? I staden måtte vi setje inn betydelege midlar under finanskrisa. Vi ser at vi no i staden brukar pengar frå Statens pensjonsfond i utlandet til investeringar i infrastruktur, i aksjar i selskap og også i eigedom. Med andre ord er vi med på å gjere firma i utlandet sterkare. Vi er med på å gjere infrastrukturen til desse bedriftene i utlandet sterkare. Med andre ord, vi klarer å setje dei andre betre i stand til å konkurrere med våre eigne bedrifter og våre eigne

kjørte jeg fra Mo i Rana til Bodø og opplevde i hvert fall ikke mindre enn fire prosjekt der man drev med veiarbeid, med sprenging, vedlikehold og asfaltering. Og det er bare en femtedel av Nordland, så her er det aktivitet. I Grane er det mange ulykker, og derfor satser vi i Grane. Man åpner nå 4,9 km ved Majavatn. Man starter med et nytt prosjekt på Brenna og vi skal gjøre vedtak i Stortinget i forhold til Helgelandspakken som innbefatter 27 mil. Helgelandspakken vil være viktig med tanke på å forebygge ulykker framover. Med det anbefaler jeg klart og godt det budsjettet som vi nå har lagt fram og som vil bli vedtatt. Det er framtidsrettet, både for Nordland og for hele landet. Presidenten setter ikke veldig mye pris på at representantene setter karakteristikker på hverandre – «dårlig luktesans» er ikke så veldig god karakteristikk. Da vil jeg bemerke at innlegget fra representanten innbød veldig klart til det. Det som skjedde tidligere, kan ikke denne representanten si noe om, men nå er det jeg som

Så til finansiering til slutt. Det som representanten Hareide omtaler som «bortanom all fornuft, og som ikkje er realistiske i det heile» – sitat fra dagens debatt – er altså å bruke statlige lån til statlige etater. Det gir raskere og mer omfattende investeringer, det binder opp budsjettene i noe større grad enn det vi vet i dag – det er helt riktig – men vi får altså flere prosjekter ferdigstilt raskere, raskere samfunnsmessig gevinst, og vi sparer flere liv. Slett ikke verst. Representanten Knut Arild Hareide har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Eg har berre lyst til heilt kort å oppsummere korleis eg har sett på denne debatten. Eg synest det har vore ein god debatt. Eg vil kanskje seie at denne debatten ikkje har vore så verst, og denne gongen gjeld det ikkje berre statsråd Meltveit Kleppa, men faktisk alle deltakarane i debatten. Eg synest det har vore ein spennande debatt, som har vist dei politiske skiljelinjene. Den som nok blei mest omfamna både av motstandarar og tilhengarar, var representanten Sverre Myrli. Det som er litt synd er at han går imot vegtilsyn, og det er vel eigentleg alle partia i dag for, men me er litt ueinige om på kva måte me skal organisere det. Eg har lyst til å be statsråden merke seg det alle parti, forutan Framstegspartiet, seier i forhold til høgfartsutgreiinga og det som ligg føre i så måte. Der ligg det tydelege føringar frå ein samla komité, forutan Framstegspartiet, i den saka. I forbindelse med representanten Godskesens innlegg har jeg behov for å

siden. Det som er realiteten her, er faktisk at de som bruker bommen mest, ikke betaler noe i dag – tro det den som vil. For å eksemplifisere dette har jeg lyst til å peke på fire mønstre i kjøringen mellom Grimstad og fylkesgrensen Aust-Agder/Vest-Agder. De som kjører fra Lillesand Lillesand til Vest-Agders grense i dag, betaler kroner null. Det er altså de som har mest nytte av den nye E18. De vil måtte betale 15 kr med den nye løsningen. De som reiser fra Grimstad, Arendal og lenger øst og til Vest-Agders grense, betaler i dag 30 kr, og de vil betale 30 kr med den nye, foreslåtte løsningen. Men de som derimot reiser fra Arendal, Grimstad eller lenger øst og betaler 30 kr, vil måtte betale 15 kr med den nye løsningen. Det samme vil de som reiser fra Lillesand og østover mot Grimstad og Arendal. De betaler altså 30 kr i dag og vil måtte betale 15 kr med den nye, foreslåtte løsningen, som de aller fleste i Aust-Agder synes er rettferdig og rimelig. Helt til slutt vil jeg komme med en liten bemerkning til representanten Fredriksen, som sier at det

Før dereguleringa hadde flyselskapa i Noreg konsesjonar på ruter, og myndigheitene godkjende både frekvensar, rutetider og flytypar, prisar og rabattstruktur. Etter dereguleringa er det på flyruter på det kommersielle rutenettet – altså flyruter utan offentlege tilskot – flyselskapa sjølve som fastset prisar, rabattar, vilkår og ruteføring, vilkår og ruteføring, utan godkjenning frå myndigheitene. Staten har etter EØS-regelverket berre høve til å fastsetja reglar for pris på ruter som er underlagde forpliktingar til offentleg tenesteyting, og der staten kjøper flytenester etter anbod. Så kjøper staten anbod. Vi vil ha eit godt flytilbod i heile landet. Nord-Noreg har spesielle avstandsutfordringar, og det regionale flyrutetilbodet er difor spesielt viktig i denne delen av landet. Vi kjøper flyrutetenester for om lag 200 mill. kr i Finnmark og Nord-Troms. Makspris på dei rutene er f.eks. 1 149 kr på strekninga Hammerfest–Kirkenes, så her er det noko misvisande ute og så her er det noko misvisande ute og går. Skal vi seia det enkelt, kan vi seia at her er det nettopp det kommersielle som slår inn. I ein annan samanheng er det jo nokre i denne salen som vil at vi ikkje skal subsidiera spesielle ruter og koma med statlege kjøp, verken her

avklaring raskt på den vegen, før saka kjem til departementet, slik at vi får ei avklaring. Det er jo usemje lokalt, men det er gjort formelle vedtak. Heilt til slutt vil eg berre seia når det gjeld lyntog, at eg har merka meg komiteens innstilling òg på det punktet, og at eg kjem til å vera veldig obs på den saka framover.

og så krever at bilistene i Norge skal betale en høyere skatt enn det de gjør. Samtidig vet jeg at nysalderingen viser at vi har betalt mye mer skatter og avgifter til statskassen i år enn det som var planen i statsbudsjettet. For meg er det uforståelig at man skal skattlegge bilistene enda mer

gjennom det betale skatter og avgifter til staten. Det er en framtidsrettet politikk. Det er en politikk som gjør at vi har et næringsliv i Distrikts-Norge i framtiden, når vi går av med pensjon – et næringsliv som kan betale skatter og avgifter til pensjonen som vi også kan ta del i. Men det å ha stykkevis og delt bygging – en kilometer her og en kilometer der – er ikke framtidsrettet, det er

anledning til å diskutera finansiering av samferdsel seinare i dag òg. Men berre for å gjera det heilt klart: Det er eit viktig og sjølvstendig poeng for denne regjeringa å sørgja for meir samanhengande utbygging enn det som har skjedd før oss. Det er jo difor eg fyrst har teke Stortinget med på ei reise på E6, og Stortinget med på ei reise på E6, og no i dag ei reise på E39. Det er definitivt ikkje slik for oss som det som skjedde nettopp i representanten Kenneth Svendsens tid, at det berre kom ei ny rundkøyring i heile Nordland på ganske lang tid. Vi legg så avgjort vekt på meir samanhengande utbygging, og vi kan ikkje ha det på oss at det ikkje er framtidsretta utbygging vi driv med. Heldigvis er det slik at folk ute i landet er veldig glade for all den framtidsretta utbygginga vi no driv med. Det var Kenneth Svendsens innlegg som

oppe på det nivået – fortsatt har vi store utfordringer, men vi har altså tredoblet satsingen i Nord-Norge. Vi har diskutert det litt tidligere i dag, men jeg synes jo det er ganske spesielt at Fremskrittspartiet som det eneste partiet går imot en løsning der man skal bruke penger etter nedleggelsen av Narvik flyplass til å finansiere brua over Rombaksfjorden, som blir det neste store samferdselsprosjektet i Nord-Norge – et utrolig viktig samferdselsprosjekt. Det går altså Fremskrittspartiet imot. Her er Fremskrittspartiet på kollisjonskurs med befolkningen, med NHO i Nord-Norge og med alle dem som har jobbet for å få til en løsning for å få den brua på plass. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–6. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

vi ønsker alle en mest mulig rasjonell gjennomføring av samferdselsinvesteringene, og vi er alle positive til prosjektfinansiering. Jeg vil begynne med å understreke dette, fordi det ofte – som vi fikk demonstrert i den forrige debatten fra opposisjonens side – blir framstilt som om de rød-grønne partiene har en ideologisk motstand mot endringer og fornyelser innenfor samferdselssektoren. Det er selvfølgelig feil. Det er jo nettopp vi som er de sterkeste forsvarerne av offentlig sektor, som har mest å hente på til enhver tid å sørge for at offentlig sektor drives så effektivt som mulig. Derfor har det rød-grønne flertallet bl.a. åpnet for prosjektfinansiering i inneværende NTP. Kristelig Folkeparti vil at Stortinget skal be regjeringen om å utrede mulighetene for etablering av en felles transportetat, Tanken er interessant og en viktig grunn til at den rød-grønne transportfraksjonen besøkte Trafikverket i Sverige tidligere i høst. Trafikverket er en relativt ny konstruksjon, og ble etablert 1. april 2010. Derfor er det for kort tid til å trekke store erfaringer fra denne omorganiseringen. Samtidig som Trafikverket ble etablert, ble flere transportetater avviklet. Trafikverket i Sverige skulle ha ansvaret for langsiktig planlegging, drift og investering i transportsystemet. Flertallet støtter Kristelig Folkeparti i at det er rom for en planlegging som i større grad ser transportmidlene i sammenheng, og utnytter de enkelte transportmidlenes fortrinn. Samtidig er det viktig å ha med seg at Norge er langt fremme i den helhetlige planleggingen. Sverige vedtok nettopp sin første transportplan som omfatter alle transportsektorene, mens vi er inne i planleggingen av den fjerde nasjonale Samferdselsdepartementet signaliserer i sitt svar til komiteen at de følger nøye med på utviklingen både i Sverige og i Finland. Samtidig peker departementet på at det ikke uten videre er mulig å sammenligne Norge og Sverige, f.eks. er Jernbaneverket en stor anleggsvirksomhet, mens dette er skilt ut i Sverige. Politikerne har delegert mye større beslutningsfullmakter til Trafikverket i Sverige enn det som er tilfellet i Norge. Vi må spørre oss om vi ønsker en utvikling med mindre politisk styring av trafikketatene, og med mulighet for økt byråkratisering, som bl.a. Høyre er inne på i sin merknad. Høyre ønsker iverksetting av flere OPS-prosjekter. Som sagt – og som det har vært sagt mange ganger tidligere i dag – stiller det rød-grønne flertallet seg positivt til prosjektfinansiering. over at forslagsstillerne kun fokuserer på OPS som løsning på finansiering av infrastrukturprosjektene. Forslagsstillerne argumenterer med at strammere økonomiske rammer vil stille sterkere krav til politisk prioritering og til å finne nye løsninger for å realisere nye prosjekter. Men de borgerlige partienes resept er altså å gjøre det motsatte av det deres meningsfeller i andre europeiske land gjør, for å sikre seg økonomisk handlingsrom etter den økonomiske krisa. krisa. Her har vi allerede vært inne på forholdene både i Storbritannia og i Sverige tidligere i dag. I Storbritannia har jo finansministeren uttalt til media at OPS-prosjektene har bidratt til den høye gjelden landet må hanskes med i kjølvannet av finanskrisa. De rød-grønnes svar er å investere kraftig i samferdselssektoren, prioritere drift og vedlikehold – og derfor er vi i ferd med å gjennomføre et historisk Begge disse to representantforslagene viser at det er ikke noen «quick fix»-løsninger på utfordringene vi står overfor innenfor samferdselssektoren, som høyrepartiene tenderer til å fremstille det som. Kanskje vil en felles transportetat være en fremtidig løsning, men før vi kommer dit, er det mange viktige Viktigst nå er at etater som Statens vegvesen og Jernbaneverket først og fremst må få ro på seg til å gjennomføre den ambisiøse samferdselssatsingen det er lagt opp til. Erfaringer fra andre land viser at OPS på kort sikt løser enkelte utfordringer, men fort skaper mange andre. Med det fremmer jeg forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i

gang vi fremmet dette i Stortinget var faktisk i 1992–1993, så vi er veldig glad for at man nå får opp en sak om dette. Jeg synes det er bra at statsråden sier hun er positiv, men dessverre detter hun litt av etter hvert. Dette handler jo om en mulighet til å si noe om at vi ønsker å modernisere denne sektoren, og faktisk også om å se på nye muligheter til å bruke ressursene på en mer effektiv og mye bedre måte enn man gjør i dag. Jeg synes det er litt synd at statsrådens svar til komiteen er veldig lite tydelig i forhold til det som går på sjøtransporten, som jeg kanskje tror er en del innenfor transportsektoren vi ofte glemmer – som ofte detter ned, og som sjelden når opp i den

handling – selv om selvfølgelig statsråden og andre her vil hevde at det får man, i og med at man nå har en god koordinering i forhold til Nasjonal transportplan. Men jeg må nok være ærlig og si at da jeg for første gang fikk lov til å være med og behandle Nasjonal transportplan i denne salen i forrige periode, var det slik at havnene falt litt mellom noen stoler. periode, var det slik at havnene falt litt mellom noen stoler. Det var alt det andre vi diskuterte – vi diskuterte det folk var opptatt av, nemlig om veien deres kom inn i NTP, om jernbanestrekningen eller en flyplass kom inn i NTP. Men havnene detter litt ned, kanskje fordi de ikke har den samme interessen i det brede lag av folket. Men det er definitivt viktig, som sagt, for næringslivet. Jeg synes at dette er spennende. Det er et godt forslag, og vi støtter selvfølgelig fullt og helhjertet opp om at man nå ønsker å få vurdert dette, utredet mulighetene og se på hvilke konsekvenser det får. Sverige har nå gjort det – man har selvfølgelig ikke veldig lang erfaring, for det er kort tid siden man gjorde det. Det viser i hvert fall at det er en et litt annet symbol enn den regjeringen man har her i Norge. Men de har da i hvert fall gått litt foran, og de har tort å gå foran. Vi er veldig glad for at svenskene også har fulgt etter der hvor Fremskrittspartiet var tidlig på 1990-tallet, og tror at det er en god løsning. Selvfølgelig blir det dessverre slik at flertallet i salen vil stemme ned flertallet i komiteen – men det har jo fått lov å være et flertall i noen dager

etat, er vel kanskje litt frykten for dette: Hva skal man med et eget Fiskeridepartement når det meste av virksomheten som ligger der, faktisk blir tatt inn i et annet departement? Det er klart at for en nasjon som Norge, hvor lakseoppdrett og fisk og den type ting er viktig, vil det kanskje bli litt rart ikke å ha et slikt departement. Jeg tror det er noe av beveggrunnen. Men alle som driver og jobber med transport og logistikk, er definitivt opptatt at også sjøtransporten må inn i den samme etaten som de andre transportformene. Derfor håper vi at flertallet i denne sal besinner seg og støtter flertallet i komiteen. Jeg forutsetter at enhver regjering og enhver samferdselsminister klarer å ha et helhetsblikk over planleggingen innenfor samferdsel, og jeg synes det er

kunne medført noe effektivisering, selv om Høyre i forhold til en felles transportetat nok også er veldig klare på at vi ikke ønsker at dette skal bli byråkratiske organisasjoner som har de kjennetegn som vi ikke vil ha. Samferdselssektoren har i stor grad også vært preget av sektortenkning. Det handler både om sjø, om luft, om bane og vei og, ikke minst, om det som går på mer elektronisk kommunikasjon, som må ses under ett når transport- og samferdselssektoren skal planlegges. Og særlig viktig er dette når vi skal prøve å få mer gods fra vei over på bane og sjø. Da er det klart at dimensjoneringen på den ene samferdselssektoren har konsekvenser for den andre, og vice versa i forhold til dimensjonering og koordinering. Høyre er opptatt av å få en bedre koordinering, komme bort fra det som har vært og er sektortenkning, og i større grad få til en langsiktig, helhetlig planlegging hvor alle transportformene hensyntas og dimensjoneres slik at de står i forhold til hverandre, og slik at vi får en utvikling som er i tråd med både miljøhensyn og fremkommelighetshensyn – for å sikre næringsutvikling og fremkommelighet for folk som skal på jobb. Så er det jo noe med også den overordnede samfunnstenkningen – hva er det denne regionen, denne landsdelen, har av særlige utfordringer når det gjelder å legge til rette for samferdsel? Hva slags næring skal vi ha? Hvilke store, andre samfunnsoppgaver er det riktig å utvikle i denne regionen fortsatt? Jeg synes transportkomiteens besøk både til både til steder i Europa, i USA og i Canada – og British Columbia – med all tydelighet viser at vi har noe å lære når det gjelder en overordnet samfunnstenkning, også innenfor samferdselssektoren, i større grad enn vi har i dag. Det blir ofte slik at vei og bane får kortsiktige planlegginger, og det er også positivt å kunne ha en overordnet planlegging hvor vi ser synergiene mellom de ulike transportmetodene. Vi har også på våre reiser i transportkomiteen sett at det er i ferd med å utvikle seg regionale transportplaner som kan bygge opp til den nasjonale transportplanen. Østfold tar dette opp nå når det gjelder å tenke alle transportformene ikke å se seg blind på fylkesgrenser, men heller ikke på landegrenser. For vei, bane, luft og sjø har konsekvenser også for naboer, det være seg for fylker eller for Sverige, Finland, Russland – de områdene som er berørt av dette. Vi ser også at Nordland, Troms, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag nå planlegger ut fra regionale transportplaner i større grad enn man har gjort tidligere, og hensyntar en større grad av helhetlig planlegging. Da synes jeg statsråden bør merke seg at det er mulig å tenke nytt også når det gjelder den overordnede, nasjonale ledelsen av denne sektoren. Jeg synes det er veldig forslagsstillerne for å ta opp en viktig sak som bærer bud om ønske om modernisering, om nytenkning, noe som jeg tror veldig mange ute i distriktene opplever at ikke i stor nok grad er ivaretatt i dag. For ikke så lenge siden var det store oppslag i NRK Østfold om at nå var den nye E6-en for liten. liten. Da var det veldig greit å si at det ikke blir flere filer på den E6-en fordi vi er nødt til å ta godset over på bane og sjø. Det understreker med all tydelighet at vi nok, også nasjonalt, hadde hatt godt av et grep hvor vi i større grad hadde en helhetstenkning. Jeg opplever at både regjeringen og posisjonspartiene er enige med opposisjonen i beskrivelsen av hverdagen og virkeligheten, men ikke ønsker å være med på de grepene som kan føre til at vi faktisk gjør noe med å få en helhetlig, samordnet planlegging. Så advarer jeg mot byråkratisering – det har vi tilkjennegitt i vår merknad – men jeg synes det er positivt at vi har fått denne saken opp.

byar. Da er spørsmålet: Har me ein god nok heilskapleg strategi for dette – ikkje berre i eit tiårsperspektiv, som Nasjonal transportplan, men òg i eit lenger perspektiv, når vi ser på det? Eg synest ikkje me har fått veldig tydelege og gode svar på det i løpet av debatten i dag, og derfor meiner eg det er behov for å sjå dette meir i ein samanheng. Eg har lyst til å bruke nokre eksempel.

eit eksempel på korleis bane og veg ikkje ser kvarandre på ein god måte. Eit anna eksempel vil eg seie er Fornebu – eit stort og flott område som me har kjent til utfordringane og potensialet for no i 12–13 år, etter at Stortinget gjorde sitt vedtak i 1997–1998. Men har me lagt til rette for ein god infrastruktur? På kva måte bruker me bane som verkemiddel inn i dei store byane våre? Bybanen i Bergen er eit heiderleg og godt unntak, men det er klart at dette er enorme lyft for byar, utan ein statleg medverknad. Eg registrerer at Framstegspartiet og Høgre støttar forslaget. Det er eg veldig glad for. Eg registrerer òg at regjeringspartia ikkje dei uttrykkjer forståing. Når det gjeld svaret frå departementet, synest eg nettopp at behovet for å sjå ting meir i samanheng så absolutt er til stades. Eg har ikkje konkludert i denne saka, om dette er riktig. Men eg trur det er veldig klokt av oss å bruke nokre av erfaringane frå Sverige og eventuelt òg frå Finland, når dei går inn på dette. dette. Da trur eg at eit utgreiingsarbeid er det første steget på vegen for å lære av dette. Dette handlar ikkje om korleis me organiserer Vegvesenet eller Jernbaneverket som einingar. Eg synest det handlar om korleis me strategisk ser på infrastruktur og det er den debatten eg håpar at me kan få til, og så sjå om me eventuelt da går for ei utgreiing. Eg synest behandlinga av dette dokumentet har vore konstruktivt òg for dei som ikkje går inn for sjølve vedtaket. Eg trur at ei samanslåing kunne ha positiv effekt på fleire område. Det er

styresmakta, for den samanslåtte verksemda og for dei tilsette. Det gjeld òg ikkje minst dei oppgåvene som skal løysast no i nær framtid, år for år, og som eg gjerne vil skal ha hovudfokus framover. Lat meg understreka at vi har allereie i dag eit godt og utstrakt samarbeid etatane imellom, ikkje minst gjeld det no Nasjonal transportplan og samarbeid som skjer i ulike utgreiingar for sektoren. Eitt alternativ kan vera å styrkja dette samarbeidet. Eit anna alternativ er alltid å ta sikte på korleis ein kan samarbeida betre. Komitéleiaren nemnde eit par eksempel. Lat meg òg nemna eitt, frå heilt ny tid. Det gjeld jernbane og veg langs Mjøsa, der Statens vegvesen og Jernbaneverket har funne ut at med felles planlegging sparar dei der 400 mill. kr. Eg er open for å vurdera om organisatoriske endringar kan bidra til meir effektiv ressursbruk i samferdselssektoren, samtidig som eg, som eg òg har skrive i brevet mitt, er som eg òg har skrive i brevet mitt, er oppteken av at organisasjonsendringar har sin pris. Eg legg i fyrste omgang opp til å få gjennomført ei kartlegging av likskap og forskjell mellom transportetatane i dei nordiske landa. Resultata frå denne kartlegginga vil vera med på å leggja grunnlag for om det eventuelt skal skje meir dei nordiske landa. Resultata frå denne kartlegginga vil vera med på å leggja grunnlag for om det eventuelt skal skje meir utgreiingsarbeid. Ein bør òg sjå på om det kan vera nødvendig å gjera andre organisatoriske grep i forkant av ei eventuell samanslåing. Statens vegvesen og Jernbaneverket kan ikkje utan vidare likestillast med Vägverket og Banverket i Sverige. I Sverige var anleggsverksemda i Banverket allereie skilt ut i eit eige selskap, Noreg har derimot, tidlegare enn svenskane, gjort ei motsvarande endring i vegsektoren i samband med etableringa av Mesta AS – med litt ulike erfaringar der. I samband med ei vurdering av ei eventuell samanslåing av transportetatane er det viktig å sortera kva utfordringar det er mogleg å løysa ved ei slik samanslåing, og kva for utfordringar som best kan løysast gjennom ei vidareutvikling av eksisterande samarbeid mellom

me ut til ein ekstern utgreiar. Så kan eg gjera Stortinget merksam på ein forskjell mellom svensk og finsk riksdag og Det norske stortinget – det gjeld den rolla som Riksdagen og Stortinget har. Som stortingsrepresentant var eg alltid oppteken av moglegheita til å stilla spørsmål og ta opp saker om lokale forhold til ulike statsrådar. Som samferdselsstatsråd svarar eg på utruleg mange og til dels svært detaljerte spørsmål om saker som i dag ligg under Jernbaneverket eller Statens vegvesen. Slik nemna for dei som er mest opptekne av omorganisering og meir effektiv ressursbruk, at kanskje dei kunne øva seg litt i mellomtida. Nokre av dei spørsmåla som skaper mykje arbeid både i Jernbaneverket og i Statens vegvesen, anten det gjeld detaljerte spørsmål om leskur, skilt, midtdelarar i ein spesiell sving eller andre saker, grensar i dag til kva ein stortingsrepresentant skal spørja om. Dei vil uansett vera uaktuelle ved ei omorganisering. Det blir replikkordskifte.

til dette, men det virker som om redselen for omstilling gjør at man ender med å være negativ og avvisende til det man egentlig er for. Det vil jeg gjerne ha en kommentar til. Det er Samferdselsdepartement som selv har satt i gang arbeidet med å vurdere samordning og organisering. Det er bra. Men er sjøtransporten inkludert? I svaret her snakker man om jernbane og vei, men i forslaget fra flertallet i innstillingen er man opptatt av å få med sjøtransporten. I det hele tatt er vi opptatt av å gi sjøtransporten bedre kår. Da er det viktig at den også kommer med i arbeidet om en samordning. Lat meg understreka for ordens skuld at eg er einig med representanten Sortevik i at det skal vera store moglegheiter for å stilla spørsmål til den sitjande regjeringa om ulike saker, men eg seier berre at konsekvensen av ei slik omorganisering vil jo vera ei utstrakt form for delegering av ulike saker. Då kan ikkje Stortinget venta at dei sakene blir trekte tilbake i Stortinget med så omfattande grunnlag som i dag. så omfattande grunnlag som i dag. Så har eg merka meg det som er sagt om sjøtransport. Han er no med i arbeidet med Nasjonal transportplan og må trekkjast inn dersom ein skal få meir gods over på sjø. I det heile må ein styrkja samarbeidet med Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet, heilt openbert. Det er

så veldig åpenbar samordning. Flere ganger har vi etterlyst muligheten for noen scenarioer, altså se transportbærerne opp mot hverandre og foreta en avveining i et mer beslutningsteoretisk perspektiv. Det har vi ikke fått til ennå. Tidligere i debatten sa jeg at jeg ikke skulle skryte av regjeringen mer. Det gjorde jeg faktisk i sommer, og jeg kan gjenta det. Det gjelder planleggingen langs Mjøsa. Det er veldig bra at det skjer. Det er en merknad i budsjettinnstillingen også som går på at dette bør vi praktisere mer av. Så det håper jeg at statsråden fortsetter med. som gjelder i et mye lengre perspektiv enn NTP-perioden. Vil statsråden offentliggjøre dem, slik Navarsete gjorde? Vi har allereie offentleggjort eit slikt dokument,

nokon som helst tanke om mindre offentlegheit omkring desse dokumenta enn det som har vore vanen tidlegare. Tvert imot synest eg det er viktig at dei er med og dannar grunnlag for debatten. Når det gjeld Kystverket, og dersom vi går hakket vidare til departementsstrukturen, så er det den sitjande regjeringa som bestemmer

Vi har no ei veldig spennande høghastigheitsutgreiing for tog. Det er klart at viss vi ikkje ser betydinga som det prosjektet kan ha for veg og for luft, er det veldig vanskeleg å sjå dette som eit berande samfunnsøkonomisk element. Eg opplever at det statsråden no seier, er at det går føre seg eit arbeid om å sjå om å sjå meir i samanheng. Me skal òg ta inn eksterne. Vil ho òg sikre at høghastigheitsutgreiinga for tog òg kjem andre sektorar – eg tenkjer veg og luft – til gode? Sjølve arbeidet med revideringa av Nasjonal transportplan er eigentleg organisert endå meir ope og med endå fleire eksterne enn då Nasjonal transportplan vart utarbeidd. Det er f.eks. slik at ein representant frå fylkeskommunane, fylkesrådmannen i Telemark, er med i styringsgruppa. Det er fordi vi òg skal sikra nødvendige prosessar i ein tidleg fase i fylkeskommunane, med den store aksjen som dei òg har når det gjeld transportnettet. Så gjaldt spørsmålet høgfartsutgreiinga. Der er svaret ja, eg ser det som heilt openbert at den utgreiinga som òg dannar eit viktig grunnlag, som det er sagt her, for både veg og klima, blir

Fremskrittspartiet foreslo lenge å oppheve NRK-monopolet, men disse forslagene fikk første gang bare partiets egne to stemmer. Myndighetene beslagla paraboler, og folk ble vel nærmest buret inne hvis de var knyttet til et fellesanlegg som kunne ta inn svensk tv. Heldigvis er dette historie, og ingen ønsker seg tilbake til monopolet. I 1993 fremmet Fremskrittspartiet et banebrytende forslag om å utrede en sammenslåing av administrasjonen av veg, jernbanens og luftfarten i ett direktorat. Forslaget ble fremmet i innstillingen fra samferdselskomiteen om Norsk jernbaneplan 1994–97. Dette banebrytende forslaget fikk bare støtte av Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti valgte altså å gå imot. Forslaget lød som følger: «Stortinget ber Regjeringen utrede en sammenslåing av administrasjonen av veg, jernbanens kjøreveg og luftfarten i ett direktorat.» Dette forslaget ble så fremmet på nytt i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 i Innst. 2 S for 2010–2011. Saken ble behandlet i Stortinget den 25. november 2010, og forslaget ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt. Kristelig Folkeparti valgte altså nok en gang å stemme imot. Det er positivt at Kristelig Folkeparti i det minste gradvis adopterer politikken vår også på dette området, slik de har gjort det i representantforslaget som ligger til behandling. Jeg gleder meg veldig til for hvor lang tid vil det ta før Kristelig Folkeparti også støtter andre viktige fremskrittspartiforslag? Hvor lang tid vil det f.eks. ta før de omfavner stykkprisfinansiering av friskolene, noe jeg vil tro vil være populært blant partiets velgere? Jeg er altså glad for at Kristelig Folkeparti her viser at de i praksis er mer enig i Fremskrittspartiets politikk enn de velger å vise med ord i media. Jeg synes det er

media. Jeg synes det er ganske bemerkelsesverdig å høre hvor langt Fremskrittspartiet alltid er forut for sin tid. Det neste blir vel at vi får høre at det egentlig var en person fra Fremskrittspartiet som foresto oppfinnelsen av hjulet. Jeg er en av dem som har ivret for strukturelle, organisatoriske endringer på samferdselssektoren. Det er faktisk et tankegods som jeg har med meg fra Samferdselsdepartementet på slutten av 1980-tallet, hvor man på det tidspunktet faktisk så nærmere på opprettelsen av en egen transportetat. Den gang var det ganske prematurt. Nå har vi høstet andre erfaringer, bl.a. erfaringene med den

av en bardus omorganisering, som heller ikke var skikkelig utredet. Med bakgrunn i de erfaringene man fikk den gang, setter jeg veldig stor pris på at både statsråden og flertallet i denne salen har en så åpen holdning til at man, når tid og sted er rede, og det er faktisk ved neste revisjon av Nasjonal transportplan, kan gå inn i en realitetsdiskusjon om endringer på samferdselssektoren. Det er faktisk ganske viktig. Jeg har gjort meg til talsmann for omtrent de samme tanker som ligger til grunn for dette forslaget. Jeg vil fortsette å føre dem ut i den offentlige debatten, for gjennom en bred, offentlig debatt om disse spørsmålene vil vi ha et langt, langt bedre grunnlag for å fatte beslutninger når den tid kommer, altså før stortingsvalget i 2013. Eg synest eigentleg Steinar Gullvågs kloke ord hadde fortent å avslutte denne debatten, men eg har berre lyst til heilt kort å kommentere Framstegspartiets siste innlegg frå representanten Godskesen. Det er ikkje sånn at Kristeleg Folkeparti har konkludert her og kunne ha gått for det forslaget som Framstegspartiet visst nok la fram i 1993. Det vi ber om, er Vi ønskjer at dette skal utgreiast, for å få både fordelar og ulemper ved det. Vi har ikkje konkludert i forhold til det. Det har vore poenget med denne saka. Vi meiner no at situasjonen, ut frå dei erfaringane vi kan henta frå både Sverige og Finland, gjer dette meir relevant. Så synest eg det er flott at Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet kan stå saman om dette, og Kristeleg Folkeparti har eit veldig avslappa forhold til Framstegspartiet. Vi har støtta mange av deira forslag. Vi har støtta mange av deira forslag. Vi vurderer kvart einaste forslag frå Framstegspartiet. Dei vi synest er gode, støttar vi, og dei vi ikkje set pris på, støttar vi

at representanten Gullvåg må opp på talerstolen og fortelle at han synes det er så fælt at Fremskrittspartiet forteller at man har fremmet dette tidligere. Han var inne på at han faktisk hadde gjort seg de samme tankene selv, at han til og med hadde luftet det i Statens vegvesen den gang han var der. Da blir det litt herlig og litt søtt. Men jeg synes at statsråden hadde en god redegjørelse om hvordan statsråden ser på saken. Jeg synes det var gode svar på spørsmålene. Så skulle jeg gjerne sett at statsråden hadde vært enda litt mer positiv. Jeg føler på mange måter at denne debatten i dag – med tanke på organisering og den type ting – har gått flere ganger i dag, og jeg tror i hvert fall at det er veldig fornuftig å se på en ny omorganisering, slik at man får all infrastruktur inn i én etat som har ansvar for alt som har med transport og infrastruktur å gjøre,

man har, og tanken om å se ting i sammenheng. Hvis man ønsker intermodalitet, med de utfordringene der, føler man at det er en missing link. Det er det dette handler om, og vi tror faktisk at ved å få alt inn i ett departement, som har ansvaret for all infrastruktur innenfor transportområdet, kunne vi gjort mye bra. Det er det det handler om, det forslaget som ligger Jeg synes det har vært en god debatt, helt til Gullvåg hadde et stort behov for å fortelle om alle de tankene han har tenkt. Så får jeg håpe at tankene fortsetter å gå riktig vei, slik at når man kommer tilbake senere, kan det hende at Gullvåg støtter tanken om at man skal ha én transportetat. Jeg føler behov for å betakke meg for en

slik at han lett kan oppfattes. Men jeg synes ikke det er så rart, når han ikke engang klarer å høre hva som blir sagt fra denne talerstolen. Da er det ikke så rart om han også trekker gale slutninger støtt og stadig. La meg derfor repetere til Hoksruds underretning at jeg var ikke ansatt i Statens vegvesen på slutten av 1980-tallet, da var jeg ansatt i Samferdselsdepartementet.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

Prosjektfinansiering har vi diskutert ganske omgående tidligere i dag, gjennom hele dagen. Jeg skal bare konkludere med at komiteens flertall har en tilråding, og det flertallet består av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, og vi ønsker å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller. Mindretallet, som er regjeringspartiene, har et annet syn og også et annet forslag, og det er jeg sikker på at de vil komme La meg presisere, på vegne av det som er et flertall i komiteen, at med prosjektfinansiering mener vi noenlunde det samme som Næringslivets Hovedorganisasjon, nemlig at det er alle typer finansieringsløsninger som innebærer at et prosjekt sikres bevilgning til hele prosjektet ved oppstart. Så har Fremskrittspartiet et eget forslag, som jeg herved tar opp,

gjennom forpliktende finansieringsvedtak og gjennom bruk av nettopp prosjektfinansiering.

som lurte på om Høyre var klar over at vi kom til å binde opp budsjettene framover. Det er sikkert et velment spørsmål, men selvsagt er vi det. Det er faktisk også litt av hensikten. For vi ser at til tross for at vi har en handlingsregel som gir oss et relativt stort handlingsrom til nettopp de formål som handlingsregelen var tiltenkt, hvorav altså en tredjedel skulle gå til infrastruktur og samferdselstiltak, er det ikke slik i dag. Nærmest for å tvinge oss til at det skal skje, ønsker vi å innføre modeller hvor det skjer. Da er det riktig som Arbeiderpartiets fraksjonsleder bemerket, og som andre har bemerket, at det selvfølgelig vil selvfølgelig vil legge større og større beslag på rammen til samferdsel. Det som da er en logisk konsekvens, er at rammen etter hvert også må bli større. Det er jo slik at det som går til samferdsel i dag – andelen av det i statsbudsjettet – faktisk er nede på 2 pst. På slutten av 1980-tallet var vi oppe i 8 pst. Det som har fått stadig mer midler over vårt statsbudsjett, mens samferdsel stadig har tapt opp gjennom årene. Det må vi finne løsninger og modeller for og komme i møte. Ellers er jeg redd for at vi ikke får den utvikling som jeg tror de fleste som ærlig er opptatt av å bygge landet, ønsker, og kanskje særlig hvis vi tenker på så store og grensesprengende prosjekter som det å bygge ut en moderne jernbane for Norge innenfor rimelig tidshorisont. Så blir det sagt: Er dette å være moderne, da? Når vi sier at vi gjerne vil modernisere og bruke nye verktøy, Så blir det sagt: Er dette å være moderne, da? Når vi sier at vi gjerne vil modernisere og bruke nye verktøy, er det litt sånn pro og kontra i forhold til de tre herrene Sandman, Opseth og Johnsen, som sier at dagens metodebruk er gammeldags, nå må det tenkes nytt. Ja, det er vi helt enig i. Det er stakkars Sverre Myrli blitt omtalt flere ganger fra denne talerstolen i dag, men han var faktisk på Stortinget som representant for en litt annen kultur i det ærede regjeringspartiet Arbeiderpartiet, for på slutten av 1990-tallet moderniserte Arbeiderpartiet veldig mye også innenfor norsk samferdsel. Men hva skjedde i Jo, da var det bremsene på, for da var det noen andre som styrte premissene for Arbeiderpartiets politikk, og det betalte de godt for. Det er det som har skjedd. Så jeg er litt skuffet når en så – nå skal en ikke være altfor personlig ung, moderne kvinne som Arbeiderpartiets fraksjonsleder ikke ser de dimensjonene som ligger i å utvikle samfunnet med moderne midler. Hun behøver ikke å ta replikk på meg for dette, for det er godt ment. Jeg vet nemlig at hun har stor sans for næringslivets dynamikk og privates dynamikk i andre sammenhenger. Jeg skal ikke bruke så veldig mye mer tid på det, men det henvises til andre land. Ja, mange andre land, som ikke har vært nevnt her i dag, bruker privat finansiering. Nesten hele Europa bygger f.eks. sine veier med private midler. Så sier en at vi ikke trenger å lånefinansiere. Vi lånefinansierer jo nesten alle veiene vi bygger i dag, dag, med bompenger. De bygges jo med bompenger. Hva er egentlig forskjellen? Regjeringen har innført en rentekompensasjonsordning nettopp for at fylkeskommunen skal kunne ta opp lån og få rentene kompensert over statsbudsjettet. Nei, jeg vil følge opp det som ble sagt før meg: Studér NHOs hefte om OPS. Det tar livet av mange myter. Jeg vil til slutt ta opp

og jeg tillater meg å vise til de innlegg som er holdt fra representanter fra Arbeiderpartiet, fra SV, fra meg og fra statsråden om temaet prosjektfinansiering, der man har redegjort for de syn man har på det, og også hva man gjør i dag. Jeg vil samtidig vise til de uttalelsene som er gitt fra statsråden, også skriftlig, i forhold til å invitere til en fordomsfri, åpen og grundig debatt knyttet til rullering av Nasjonal transportplan og prosjektfinansiering. Da har ikke jeg tenkt å forlenge debatten noe mer, annet enn å fremme forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i saken. Representanten Janne Sjelmo Nordås har tatt opp det forslaget hun refererte til.

gang. Med 322 mrd. kr over statsbudsjettet til utbygging, drift og vedlikehald av veg- og jernbanenettet, av hamner og farleier, og dermed 100 mrd. kr meir enn i førre plan, er det klart at vi er i ein annan situasjon når det gjeld midlar. Så vil regjeringa fasa inn satsinga på samferdsel i tråd med dei

altså gjort. I 2010 fekk vi ei betydeleg innfasing allereie fyrste året i planperioden, og vi har no gjort greie for den opptrappinga vi følgjer, og som tidlegare er varsla. Det viser, meiner eg, at det er mogleg å realisera auka samferdselssatsing innanfor dagens system. Så er spørsmålet: Kva meiner ein med prosjektfinansiering? For dei som er spesielt interesserte, går det jo prosjektfinansiering kan vera « øremerking av utvalgte prosjekter. organisering gjennom bompengeselskap for finansiering av et bestemt prosjekt eller en bestemt strekning. OPS-selskap for utbygging, samt drift og vedlikehold av et bestemt prosjekt eller en bestemt strekning. organisering av ett eller flere statlig eide aksjeselskap som skal forestå utbygging av bestemte prosjekter eller strekninger innen en gitt tidsramme, med statlig Det er nemnt tidlegare i dag. «ordning etter svensk modell med statlige lån til utvalgte veg- og jernbaneinvesteringer i regi av Statens vegvesen og Jernbaneverket, og med tilbakebetaling av avdrag og renter i kommende budsjetter.» No prøver vi ut litt ulike modellar i dagens NTP. Vi har desse tre prosjekta som ligg på spesielle postar i statsbudsjettet: E16 over Filefjell, E6 vest for Alta og nytt dobbeltspor Oslo–Ski. Aktiv bruk av bompengar til spesielle prosjekt forstår eg er ikkje det i alle fall Framstegspartiet legg i OPS-prosjekt. Så har eller at dei vart dyrare, men at det var framdrift, slik at det heile vegen var midlar disponible. Og meir midlar er det jo no til Så er det i innstillinga nemnt ulike typar prosjekt – der er òg Gardermoen nemnd som ein type. Det vi ikkje snakkar så høgt om, var at i det prosjektet gjekk faktisk staten – Stortinget – inn og ettergav gjeld på mellom 6 og 7 mrd. kr. Dagens regjering har altså ei rasjonell gjennomføring av igangsette samferdselsinvesteringar. Det gjev vi høg prioritet òg i åra framover. Men vi ser at det er ynskjeleg med ein debatt om ulike alternative finansieringsmodellar, og vi legg eit grunnlag for det i den rulleringa av Nasjonal transportplan som eg har nemnt. Vi har bestilt to utgreiingar, ei som går på det kost–nytte-omgrepet som vi i dag brukar, ei anna som går på erfaringar frå andre land. Så har representanten Øyvind Halleraker stadfesta at det er bindingane på framtidige budsjett som er poenget. Det er jo ein nemleg rentekostnaden, som er låg no, men som kan variera, og som kanskje kan vera med på eit tidspunkt og leggja litt malurt inn i alle lovorda kring OPS. Det åpnes for replikkordskifte.

Flertallet, som vil ha prøvd ut prosjektfinansiering, definerer dette som finansieringsløsning, som innebærer at et prosjekt sikres bevilgninger til hele prosjektet ved oppstart. Regjeringens modell, med tre egne poster i hvert årlige statsbudsjett, imøtekommer ikke den definisjonen. Kan statsråden forklare hvordan denne løsningen til regjeringen, med egne poster på årlige budsjett, imøtekommer kravet til prosjektfinansiering som ikke bare flertallet har, men som man også har utenfor salen, nemlig at dette skal sikre bevilgning til hele prosjektet ved oppstart? Lat meg fyrst seia at det eg refererte til i Gul bok, er jo ein gjennomgang av ulike modellar knytte til prosjektfinansiering. Det kan fort vera endå fleire, og det er det eg ynskjer å òg medverka til opplegg for å drøfta i samband med rulleringa av Nasjonal transportplan – både kva for erfaringar vi har her i Noreg, og ikkje minst kva for erfaringar som òg er frå andre land. Med dei tre prosjekta som no ligg på eigne postar, så er meininga til kvar tid å tilføra dei som er nødvendige år for år. Det er det vi gjer i E6 vest for Alta. Der er jo ikkje det prosjektet så klart som vi trudde, vi håpar at vi no har fått det på skjener igjen. På Filefjell går det sin gang. Så ser eg at nokon no har etterlyst forsert framdrift Oslo–Ski. Det er jo nettopp derfor det òg står på eigen post og får tilført midlar. Så det er rask framdrift på Oslo–Ski – så rask som

I all – i alle fall bedriftsøkonomisk – teori er det alltid et spørsmål hva som er alternativ avkastning og alternativ risiko. Når det gjelder alternativ avkastning, er det altså slik at de som også har bra med penger, benytter seg av lånefinansiering og langsiktige finansieringer nettopp for å kunne bruke de likvidene man har, til daglige og

til alternativ finansiering. Der er svaret ja. Eg meiner det er viktig at òg dette temaet blir gjenstand for den høyringsprosessen som skal vera. Om det då skal bli nedfelt som spørsmål og svar: Det som i alle fall er avklart, er at det blir det blir eit tema på dei møta som vi no skal halda allereie i februar. Så eg sit med eit reknestykke som fortel om ganske store bindingar i forhold til Høgre sitt opplegg her. Eg synest det òg er greitt å få med som ein del av drøftinga. Det er

av OPS, ut frå dei erfaringane ein har, og dei forskingsutgreiingane som ligg der, dersom dei skulle vere positive? Det som eg sa i vår, og som eg gjerne gjentek no, er for det fyrste at det eg trur er avgjerande for å få realisert dei samferdselsprosjekta som vi ynskjer å realisera, er å tilføra nok pengar til kvar tid. Det eg sa i tillegg, var at her har forskarar sett i gong med ulike utgreiingar. Det eg òg sa, var at i denne perioden – altså fram til 2013 – ligg dagens finansiering fast, altså statlege midlar over jernbane, offentlege midlar og bompengar på veg. Det er nettopp difor vi har sett i gang desse utgreiingane og varsla at det vi har sett i gang desse utgreiingane og varsla at det blir ein debatt rundt desse spørsmåla. Det er jo fordi det er i stortingsmeldinga som gjeld 2013–2023, ein skal ta stilling til desse spørsmåla. Jeg tar med meg statsbudsjettet ned hit, og så registrerer jeg at statsråden sa at vi driver prosjektfinansiering, og vi har fått tre poster på statsbudsjettet, som betyr at de blir fulgt opp økonomisk, så man kan bygge til man er ferdig. Det er jo hele poenget med prosjektfinansiering at man faktisk stiller midlene til rådighet ved starten, og så skal man bygge så fort man kan bygge, til man er ferdig. Da må jeg spørre statsråden hvordan hun kan klare å få det til at post 31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski er det samme som prosjektfinansiering. For etter to år mangler det 747,5 mill. kr mot den rammen som man skulle ha satt av de to første årene, hvis man skulle fulgt opp for å kunne sette i gang og mot den rammen som man skulle ha satt av de to første årene, hvis man skulle fulgt opp for å kunne sette i gang og bygge ferdig. Ulven–Sinsen er jo et annet eksempel på et prosjekt hvor man har måttet stoppe midt i året, fordi man ikke hadde mer penger til å bygge prosjektet ferdig. Gravemaskinene sto stille istedenfor at man bygde veien ferdig, med de kostnadsøkningene det medførte. Det er jo nettopp

Replikkordskiftet er over. Da går vi tilbake til den ordinære talerlisten, som nå ble veldig improvisert. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det var ikke meningen å rote det til i forhold til replikkrunden, men jeg følte at jeg trengte litt mer tid enn bare å ta det som en replikk til statsråden. Vi hørte at regjeringen i budsjettdebatten skrøt av at man bl.a. åpnet 8 km Østfold. Hva er konsekvensene, som representanten Schou sa? Jo, konsekvensene er at man må rive ned utstyret, og så skal man sette det opp igjen om to år. Det samme opplevde vi på E6 ved Tusenfryd. Da hadde man altså gjort alt ferdig, og man river ned etter å ha bygd tunnelen, fordi man må vente i to år for å bygge 2 km på Det er jo nettopp noe av det man ønsker å gjøre noe med ved å få enten OPS eller prosjektfinansiering, ved at man stiller midler til rådighet med en gang man starter å bygge, sånn at man bygger ut prosjektene så fort det overhodet er mulig. OPS-prosjektet E39 i Orkdal er et glimrende eksempel på hvordan man stiller midlene til rådighet når man starter prosjektet, og man har alle

enn det man får til på den tradisjonelle måten. Statsråden sier i dag: Dette er så bra at vi nå har fått satt opp noen poster på statsbudsjettet. Det hjelper ikke å sette opp poster på statsbudsjettet hvis det ikke blir fulgt opp med penger. Det er faktisk penger som må til for å bygge dette. Fremskrittspartiet ønsker å bygge ut veier med fullfinansiering fra staten. Noen andre på en måte å kunne finansiere uten at man gjør det via statsbudsjettet, men det kommer litt senere. Vi mener at vi har mulighet til å gjøre det, og derfor foreslår vi å bruke OPS som en god organisasjonsmåte å bygge ut infrastruktur på. Men vi mener ikke nødvendigvis at OPS er det saliggjørende. Det er en måte å ha en god organisering og en rask framdrift på, men det kan være andre måter å gjøre det på. Man må sørge for at man har fullfinansiert av staten, sånn at man kan bygge ut mest mulig rasjonelt og effektivt, og ikke som på nord for Oslo, hvor man har ti prosjekter. I stedet burde man ha hatt færre, men mer effektive prosjekter. No er

landet, var nettopp poenget at det er veldig mykje opprigging og nedrigging heile tida, uavlateleg, fordi det skal gå jernbane parallelt. Derfor stengde vi i sommar og vil stengja neste sommar. Det betyr at vi òg må vera opptekne av dei praktiske sidene ved ulike prosjekt. Eg vil rå Hoksrud til kva han har sagt i dag om f.eks. Eidangertunnelen. Det er ikkje berre snakk om pengar. Anten det er snakk om Eidangertunnelen eller andre tunnelar på jernbanen eller ulike vegprosjekt, er det noko som heiter planlegging. Det er altså visse formalitetar knytte til ulike prosjekt som òg tek tid. Så kan eg melda kan eg melda at eg er oppteken av å forenkla nokre av desse prosessane, f.eks. det systemet som er innført som heiter konseptvalutgreiing og kvalitetssikring 1 og 2. Det er prosessar som eg er oppteken av å forenkla. Men i tillegg er det reguleringsplanar, det er mange lokale politiske vedtak som skal gjerast. Alt dette må vi ta omsyn til. Så det er likesom ikkje berre å oppretta ein prosjektorganisasjon og tut Så vil eg gjerne seia nokre få ord om akkurat Oslo–Ski. Oslo–Ski er eit prosjekt som eg sjølv har følgt tett, nettopp fordi eg veit om forventningane knytte til det, eg veit om løfte som er gjevne, og eg ynskjer å følgja opp med så rask framdrift som mogleg i planprosessen. Då Då var det ein fryd å kalla inn dei ulike kommunane som var involverte, høyra deira meining rundt bordet og faktisk bli samde om, i det tilfellet, ein delvis statleg plan. Men vi måtte nødvendigvis bruke noka tid før vi kom dit. Om Oslo–Ski-prosjektet hadde hatt eller ikkje, trur eg ikkje hadde betydd noko frå eller til, for dei som driv den prosessen, er klare over at dei har hengande over seg at det skal skje med så rask framdrift som mogleg, slik at vi kan koma over frå plan til

Det er en metode. Det er en metode for hvordan klare å bygge fortløpende og forutsigbart i ett strekk, sånn at folk vet når veien eller jernbanen står ferdig. Det er i grunnen det man etterspør der ute. For oss som kjører tog eller bil eller hva det nå måtte være, er spørsmålet: Når kan man forvente dobbeltsporet i intercitytriangelet? Med det tempoet som nå ligger, tar det 40 år. Det er altså ikke holdbart. Det har ikke næringslivet råd til. Det har ikke vi som god nasjon råd til og ei heller de reisende. De som reiser i dag, har antageligvis ikke noen utsikter til å oppleve det, i hvert fall hvis man er på min alder. Alle andre steder har på en måte en fornuftig tenkning omkring samferdselsprosjekter og finansiering, hvor vi enn har reist med transportkomiteen, som til British Columbia i Canada, i USA og i Europa, og da holder det ikke med bare å vise til verstinglandene, som England, som jeg hører posisjonen gjør. Det finnes andre europeiske land som med nitid prioritering og utvalgte prosjekter velger annen type finansiering, ikke bare for finansieringens skyld, men for metoden. Vi behøver jo ikke å gå lenger enn til nabolandet Sverige, som med sosialistisk styre faktisk var de som bejublet den måten å gjøre det på. Vi behøver ikke å dra til utlandet for å finne erfaringstall. Det er gjennomført tre OPS-prosjekter i Norge, og Skanska bygde det første, E39 Orkdalsvegen. Vi har sett litt på de summene som samfunnet sparte på det prosjektet. Det ble gjennomført på en litt annerledes måte enn det som var standard entreprisemodell i Norge. bygde 22 km med motorvei på 26 måneder. 10 km gikk i tunnel, og man bygget 12 broer. Hadde det prosjektet fulgt den «normale» entreprisemodellen, ville byggetiden sannsynligvis vært 43 måneder. Når jeg nevner disse tingene – jeg kunne gått videre på ytterligere millioner og milliarder spart – handler det også om den forrige saken, om å bygge helhetlig, å ta i bruk nye metoder for fremtiden. Vi har nå under bygging 14 km jernbane i Vestfold, Vestfold, med sju entreprenører – sju rigger med tilsvarende materiell. Så god råd har bare den som ikke bærer kostnadene umiddelbart selv. Som samfunnsansvarlige – både regjeringen, det tiltror jeg statsråden,

mener også det er
takka

er

Ja, det
da til votering. Til denne saken er det satt fram i alt 71 forslag. Det er forslagene nr. 1–11, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 12 og 13, fra Knut Arild Hareide på vegne av forslag. Det er forslagene nr. 1–11, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 12 og 13, fra Knut Arild Hareide på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 14–64, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 65 og 66, fra Knut Arild Hareide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 67, fra Øyvind Halleraker på vegne av Høyre